økonomiske ordninger som gjør at den enkelte kan få den beste faglige oppfølgingen når de trenger det, er viktige tiltak som vi fra Kristelig Folkepartis side imøteser blir realisert. Jeg viser ellers til saksordførerens gjennomgang.

Vi har nå 100 000 veteraner i Norge som har vært i internasjonale oppdrag etter andre verdenskrig. Det er en stor gruppe, og tar man med familie, er det mange i Norge som enten har vært med i internasjonale oppdrag, eller som kjenner eller er nære venner av noen av disse. Det påhviler, som flere har sagt, nasjonen et bestemt ansvar når det gjelder å følge opp disse, både i forkant av oppdraget, når de er ute, og over tid etter at de har tjenestegjort. Det er klart at det å være med på internasjonale operasjoner, spesielt for personer som har vært i krigslignende situasjoner eller i krig, er en unik opplevelse som det er veldig vanskelig for andre å sette seg inn i. Derfor er vi fra Venstre veldig glade for denne rapporten fra Riksrevisjonen, hvor man kommer med tydelige og klare anbefalinger om hvordan vi kan gjøre tilbudet til veteraner enda bedre. Vi skal også ta med oss at det som har skjedd de siste årene både fra Forsvarets side og fra det sivile tjenesteapparatet, er blitt langt bedre enn det veteraner kom tilbake til etter at de hadde vært utplassert i Libanon gjennom 1980-tallet og på begynnelsen av 1990-tallet. Men det kan alltid forbedres, enten det er ved å gi bedre tilbud via Nav, få erstatningssaker til å gå fortere i Statens pensjonskasse, få opp kvaliteten i de distriktspsykiatriske sentrene, slik at variasjonene blir mindre og tilbudene blir jevnere, eller ved noe så enkelt som at man får refusjon for reiseutgifter når man skal besøke Forsvarets Kontor for psykiatri og Alt dette er viktig, og det er viktig å følge opp alle de punktene som komiteen påpeker, for hele tiden å gjøre tilbudet bedre. Det er ett forhold jeg tar ordet for å ta opp spesielt, og som er en større problemstilling: Det er den korte tiden for det er særlig, som vi har sett i operasjonene vi har hatt i Afghanistan, en mindre del av Forsvaret som har måttet ta en veldig stor belastning. Da er det viktig at man klarer å få oversikt over hvem som har tjenestegjort hvor – for å utnytte kapasiteten i størst mulig grad og for å skåne den enkelte i størst mulig grad. Samtidig må man se på selve innretningen av Forsvaret – om det egentlig er satt opp for å kunne rullere personellet når operasjonene drar ut i tid. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke er en problemstilling vi også kommer til å stå overfor i årene framover. Det har vært det i Afghanistan. For ett år siden tror jeg det var få, om ingen, i denne sal som kunne ha forestilt seg at vi om kort tid vil ha norsk personell i Irak. Ser man på situasjonen – en situasjon som er uavklart i østlige Ukraina, og spesielt i Midtøsten – som helhet, er det i hvert fall ikke utenkelig at man vil kunne ha en situasjon også framover hvor man vil ha utenlandsoperasjoner. Det vil være regelen mer enn unntaket – som det jo også vil kunne ha en situasjon også framover hvor man vil ha utenlandsoperasjoner. Det vil være regelen mer enn unntaket – som det jo også har vært. Hvis man ser tilbake, har det fra 1978 og fram til i dag nesten kontinuerlig vært norske soldater utenlands. Jeg tror det er viktig når vi nå ser å passe på at det er en god balanse mellom det som er nødvendige investeringer og drift innenfor Forsvaret, og at man har nok personell til å kunne følge opp det som er normen, nemlig at er man ute i mer enn tre måneder, skal man ha et opphold på fire til fem ganger den tiden hjemme. Jeg tror det er vanskelig for mange med den innretningen vi har nå, men vi må planlegge for at dette i større grad er mulig i årene framover. Utover det mener Venstre at dette er en god rapport fra Riksrevisjonen. Responsen fra departementene og imøtekommenheten er god, og vi støtter selvfølgelig alle merknadene fra

kontrollkomiteen. Våre soldater og våre veteraner gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. De løser oppdrag med til dels veldig store utfordringer. De utsetter seg selv for stor risiko, belastninger og sterke inntrykk. Norske soldater er i verdensklasse, og mine kollegaer internasjonalt framhever veldig ofte norske soldaters innsats. Den innsatsen de gjør, er avgjørende for å ivareta vår sikkerhet og våre nasjonale interesser, og det er jo sånn i dagens verden at ting som skjer langt borte, kan få direkte konsekvenser her hjemme. Heldigvis kommer de aller fleste hjem med gode opplevelser og erfaringer, men mange av de veteranene som sliter i dag, var ute i tjeneste for 10, 15, 20, ofte 25 år Og la meg bare dele en kort historie med henvisning til akkurat dette: Kåre Brændeland fikk Krigskorset med sverd 8. mai i år. Han var en veldig ung mann som var ute i operasjoner i Bosnia. Han reddet flere sivile menneskeliv og gjorde en fantastisk innsats – han, sammen med mange andre. Det han opplevde da var at han ikke hadde noen han kunne snakke med dette om. Det å snakke med vennene sine, som fortsatt bodde hjemme, om det man nettopp hadde stått midt oppe i, all død og lidelse, alle dramatiske situasjoner, var uhyre vanskelig. Sånn har mange av våre veteraner det – og har hatt det. Heldigvis har hjelpeapparatet blitt bedre, men mange ble sittende veldig mye og veldig lenge alene med opplevelsene de hadde. Våre veteraner reiser ut på vegne av Norge, dvs. på vegne av oss alle. Derfor er det et ansvar for hele samfunnet å gi dem den anerkjennelsen og også den støtten de trenger når de kommer hjem. Jeg er glad for at både Riksrevisjonens rapport og komiteen er så tydelig på å understreke nettopp dette samfunnsansvaret. Jeg har vært opptatt av veteranenes sak i hele min tid som politiker, og representanten Eldegard nevnte også interpellasjonen jeg reiste i desember 2012. Det er et stort engasjement, og det har vært felles for veldig mange i denne salen i mange år. Jeg har på nært hold fulgt den relativt gode utviklingen som har vært de senere årene når det gjelder både anerkjennelse og Handlingsplanen «I tjeneste for Norge» har vært et godt verktøy, og planen har hatt full støtte her i Stortinget. Denne handlingsplanen har brakt oss et godt stykke videre. Jeg skal bruke min tid nå til å fortelle hva vi har gjort, og gjør, for å forsterke og følge opp det som framkommer i Riksrevisjonens rapport. Vi er nemlig på ingen måte i mål. Det gjenstår fortsatt en del før vi kan si at alle som trenger spesiell oppfølging, får den hjelpen de trenger. Vi ønsker fra regjeringas side å følge opp og forsterke innsatsen gjennom den nye oppfølgingsplanen som vi presenterte i august. Vi skal fortsette å synliggjøre kompetanse, formidle anerkjennelse og gi støtte. Det er en prosess som må gå på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, og det er nettopp dette perspektivet som gjennomsyrer den nye oppfølgingsplanen. Sju statsråder og departement har ansvaret for tiltak i planen, og det er helt nytt at flere departement går sammen på den måten. Hele regjeringa står bak det arbeidet vi nå er i gang med. Vi er godt i gang med å styrke kompetansen i helsesektoren, i barne- og familievernet og i Nav. Vi skal sørge for at den enkelte veteran og dennes familie får bedre informasjon om hvilke ordninger og hvilke rutiner som gjelder for å få det man har krav på fra hjelpeapparatet.

Særlig har vi pekt oss ut familieområdet som viktig. Jeg sier alltid til veteraner som kommer tilbake fra utenlandsoppdrag, at jeg mener det er feil når man sier at familiene er berørt av oppdraget; de er en del av oppdraget. Uten familiene ville det ikke vært mulig for Forsvaret å sende soldater ut i internasjonale operasjoner. Vi vet særlig at for barn kan det å ha én eller to foreldre ute i internasjonale operasjoner være en stor påkjenning. Vi vet foreløpig litt for lite om hvordan dette påvirker barn og familier i det lange løp, og det er noe vi ønsker å forske mer på. Jeg har også tatt et initiativ overfor mine nordiske forsvarsministerkollegaer for å få til et nordisk forskningssamarbeid på dette området innenfor rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet. Det er også forskning i NATO på dette. Riksrevisjonen har avdekket mangler i systemene som vi skal rette opp. Jeg mener at den gjennomføringen vi har av den nye oppfølgingsplanen, svarer godt på utfordringene som Riksrevisjonen peker på, og ikke minst de anbefalingene som gis i rapporten. For dette er utfordringer som har vært kjent. Evalueringer og forskning peker i samme retning. Det er i det sivile hjelpeapparatet at utfordringene ser ut til å være størst. Oppfølgingsplanen har derfor oppmerksomhet om bedre samhandling mellom de ulike instansene i det sivile hjelpeapparatet. Vi skal sørge for økt kompetanse i alle ledd og en enklere og mer smidig saksgang. Funnene til Riksrevisjonen er basert på data fra 2012 og ligger Det er grunn til å tro at situasjonen for veteranene er noe bedre i dag enn i 2012, men det er fortsatt utfordringer. En del områder som jeg pekte på i interpellasjonen, har blitt bedre, og det er også viktig å peke framover på hva vi gjør nå. Kompetansemiljøet for veteraner ved Nav-kontoret på Elverum vil

til kompetansemiljøet på Elverum vil det bli igangsatt et prøveprosjekt hvor det etableres en desentralisert ordning med veterankontakt. Formålet med veterankontakter er å legge bedre til rette for veteraner i deres møte med Nav. Nav er i gang med å spesialisere ytelsesforvaltningen, slik at søknader om ulike ytelser blir behandlet på færre steder enn tidligere, altså at man samler kompetansen om ulike ytelser. Det jobbes for at saker knyttet til veteraner, etter hvert vil bli behandlet samlet i én enhet. Etter at Riksrevisjonen leverte sin undersøkelse, har Statens pensjonskasse forsterket sin innsats. Det har ført til at saksbehandlingstida er redusert. Kompensasjonssaker er, som komiteen også har pekt på, i sin natur ganske krevende å behandle. Det skal bl.a. innhentes spesialisterklæringer, og det kan ta tid å stadfeste omfanget av en varig skade. RVTS Øst arrangerte tidligere i høst et eget kurs for spesialister for å øke kompetansen til helsepersonell som kan utarbeide spesialisterklæringer. Målsettingen er at dette vil bidra til å øke tilgangen på spesialister og dermed redusere ventetida på utferdigelse av erklæringer. Riksrevisjonens undersøkelse knytter seg til forhold som berører flere departementer. Jeg har vært inne på noen av berøringspunktene med Arbeids- og sosialdepartementet, og jeg skal nå redegjøre for merknadene som er relatert til Forsvarsdepartementets ansvarsområde. Helse- og omsorgsministeren vil redegjøre for sitt ansvarsområde i sitt innlegg. Veteraner opparbeider seg en unik kompetanse gjennom tjeneste i internasjonale operasjoner. De er strengt selektert, de er godt trent og har tilegnet seg betydelig kompetanse og erfaring. Denne kompetansen er det viktig at samfunnet og ikke minst arbeidsgivere i sivil sektor i større grad ser og tar i bruk. Det er viktig for samfunnet, og det er viktig for veteranene, som skal få en meningsfylt jobb også etter endt tjeneste i Forsvaret. For å sørge for at overgangen til arbeidet i sivil sektor blir så enkel som mulig, må Forsvaret gjøre det lettere for arbeidsgivere å forstå hva internasjonal tjeneste innebærer, og hvilken kompetanse veteranene har. Vi vil derfor gjøre et arbeid med å «oversette» kompetansen, hvis man kan bruke et slikt begrep, slik at den er tilgjengelig for arbeidsgivere i sivil sektor. Jeg vil også benytte sjansen til å gi ros til mange prosjekter som skjer både blant arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, nettopp for å gjøre lettere. Riksrevisjonen har pekt på at belastningen på Forsvarets personell er høy. Dette var også en problemstilling som representanten Elvestuen spesielt tok opp. La meg bruke litt tid på dette: Det er fortsatt en gruppe av veteraner som får for kort tid hjemme mellom deployeringer. Jeg er opptatt av at det skal være en rimelig balanse mellom tjenestegjøring i internasjonale operasjoner og tjenestegjøring i Norge, slik at belastningen ikke blir for høy på den enkelte. Ved tjenesteperiode på over tre måneder skal det fra tidspunktet for hjemkomst etter tjenestegjøring normalt gå en tidsperiode på minimum det dobbelte av den seneste deployeringsperioden før ny disponering kan finne sted. Det er imidlertid en utfordring for enkelte kategorier av personell spesielt. Enkelte fagmiljøer har vært veldig belastet med høy deltakelse i internasjonale operasjoner. Spesielt gjelder det ingeniører og personell knyttet til samband, sanitet og logistikk, og ikke minst også Etterretningsbataljonen og helikopter- og fregattpersonellet er sterkt etterspurt i internasjonale operasjoner. Vi skal bestrebe oss på å etterfølge normen for hviletid. Det er veldig viktig. Det er imidlertid behov for en viss fleksibilitet i regelverket. Noe personell søker seg frivillig til internasjonale tjenester, mens andre blir beordret. Vi må ikke ha så fasttømrede bestemmelser at vi ikke klarer å dekke, i enkelte tilfeller, Forsvarets behov. Forsvaret vil sørge for å få en bedre oversikt over belastningen på den enkelte og jobber nå med å få på plass bedre styringssystemer. Det er nødvendig å gjennomgå normen for hjemmetid, hvilke retningslinjer som skal gjelde, og hvordan dette skal tilpasses oppdraget. Dette er tiltak som Forsvaret nå følger opp. Bruken av dispensasjon fra normen om hjemmetid har blitt innskjerpet siden i sommer, og den blir i dag bare gitt unntaksvis og i helt spesielle situasjoner. Forsvaret velger i større grad å la stillinger stå vakante når det ikke finnes gripbart personell tilgjengelig, enn å gi dispensasjon. Det er ikke bare lengden mellom deployeringene, men også den totale belastningen på den enkelte som nå blir sett på. Jeg er glad for at Riksrevisjonen ser at oversikten over enkeltpersoners tjenestegjøring har blitt bedre. Riksrevisjonen har pekt på at SPKs behandling av kompensasjonssaker som følge av psykiske belastningsskader, tar for lang tid. Noe av det første regjeringa gjorde, var å forenkle den særskilte kompensasjonsordningen ved å omgjøre bevilgningen til en overslagsbevilgning. Det betyr at utbetalingene ikke stopper opp selv om budsjettposten blir overskredet. Dette var, bokstavelig talt, en av de første sakene jeg fikk på mitt bord, dagen etter at jeg tiltrådte. I løpet av høsten 2013 hadde utbetalingene stoppet opp to ganger, og det hadde naturlige forklaringer. Det var nemlig Det var nemlig stor usikkerhet knyttet til prognosene for både graden av uførhet og hvor mange som kom til å søke. Det betyr at de som har fått tilkjent kompensasjon nå, ikke skal måtte vente på utbetaling når kompensasjonen er tilkjent. Det er et klart mål i oppfølgingsplanen å redusere saksbehandlingstida og tydeliggjøre kompensasjon etter ordningen. Jeg er også glad for å kunne si at Statens pensjonskasse nå har innarbeidet nye rutiner for saksbehandlingstid. Fra Statens pensjonskasse har mottatt alt underlagsmateriale, skal saken være ferdigbehandlet innen fire uker. Skjer ikke det, er det nå nye rutiner for hvordan man skal purre på sakene i systemet, slik at de ikke blir liggende uten at noen vet hvor de befinner seg. Den enkelte saksbehandler behandler nå flere saker enn tidligere, og det er også andre tiltak under planlegging, som bl.a. et nytt elektronisk saksbehandlingssystem for personskader er også andre tiltak under planlegging, som bl.a. et nytt elektronisk saksbehandlingssystem for personskader og å gjennomgå informasjonskildene til veteraner og pårørende. Forsvarsdepartementet har også i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet og Statens pensjonskasse utarbeidet et forslag til retningslinjer for å styrke styringen og forvaltningen av den særskilte kompensasjonsordningen, og Forsvarsdepartementet har utarbeidet et presiserende tolkningsnotat som synliggjør forskjellen i beviskravet etter 35 G- G-ordningen. Til sammen mener jeg at disse tiltakene svarer godt på de funnene Riksrevisjonen fortjenstfullt har gjort i sine undersøkelser og sin rapport. Jeg mener det er viktig at vi ikke slutter å ha oppmerksomhet rundt dette feltet, for vi kan alltid bli bedre. Men jeg mener og tror at de tiltakene vi nå har satt i verk, vil gjøre situasjonen på de områdene som er blitt påpekt, bedre, samtidig som jeg er veldig glad for at samfunnet samlet nå er mye flinkere til å anerkjenne den utrolige innsatsen våre menn og kvinner i uniform har gjort og kommer til å fortsette å gjøre i internasjonale operasjoner. Det blir replikkordskifte. kommer til å fortsette å gjøre i internasjonale operasjoner. Det blir replikkordskifte. Det er veldig lett å vera einig i alt som forsvarsministeren sa her no. Eg synest dei tiltaka som ministeren presenterer, og vil setja i gang, er veldig bra, og det er me glade for. Men så tenkjer eg på dei som er veteranar no, som allereie slit osv. Når får dei hjelp? Det er ganske viktig. Me sit her heile Stortinget no og er veldig einige om at dette må skje, men når skjer det? Det held kanskje ikkje for dei som slit no, at dette skjer om to år. Har me sett nokon tidsfristar når det gjeld dei enkelte tiltaka? Helseministeren kan kanskje svara for det som går på helse, men forsvarsministeren kan iallfall svara for det som går på

fortløpende. Det er viktig at også de sakene som har hatt størst problemer knyttet til seg, som f.eks. saksbehandlingstida i Statens pensjonskasse, nå viser tydelige tegn til bedring, både fordi det behandles flere saker enn tidligere, Statens pensjonskasse vinner erfaring med å behandle denne typen saker og ser litt mer av hvilket mønster det er i de sakene som behandles, og ikke minst fordi det nå settes tydelige frister for saksbehandling. Det har det ikke vært tidligere, og derfor er det viktig at de tiltakene som nå iverksettes, er tydelige og har de fristene som er nødvendige, slik at alle de veteranene som trenger hjelp og oppfølging, får det. Replikkordskiftet er slutt. Veteranene våre fortjener og kan forvente anerkjennelse for den innsatsen de har gjort for Norge, for vår sikkerhet og

slutt. Veteranene våre fortjener og kan forvente anerkjennelse for den innsatsen de har gjort for Norge, for vår sikkerhet og våre verdier. Gjennom oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» står sju ministre sammen om et viktig initiativ for nettopp ivaretakelse av veteranene. Riksrevisjonen påpeker at veteraner som har behov for hjelp, opplever et varierende psykisk helsetilbud i spesialisthelsetjenesten med til dels lange ventetider. Min ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientens behov, forventninger og ønsker skal stå i sentrum for hvordan vi legger opp tilbudene. Det er avgjørende for tilliten til helsetjenesten at de som har behov, På psykisk helse-området er det fortsatt utfordringer og mange uløste oppgaver. Psykisk helse har høy prioritet i Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, og vi styrker tilbudet både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Kompetansen innen traumebehandling er i positiv utvikling på landsbasis, særlig i tiden etter 22. juli 2011.

Regionale ressursnettverk for innsatspersonell videreføres. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress driver forskning og utredning på veteranområdet. Regjeringen har foreslått å avsette 5 mill. kr til å videreutvikle og implementere en ny metode for traumebehandling for voksne i de distriktspsykiatriske sentrene. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter og de regionale ressurssentrene.

distriktspsykiatriske sentre som dekker alle landets kommuner. Men vi har fortsatt utfordringer med for lang ventetid og for dårlig kapasitet innen psykiske helsetjenester både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Dette er vi i ferd med Regjeringen har gjeninnført den gylne regel som skal innebære økt vekst innen behandling innenfor psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten. Denne ble fjernet av den forrige regjering, og vi så en nedgang både i personell og antall behandlede pasienter. Vi gjennomfører nå viktige reformer i spesialisthelsetjenesten, og vi innfrir også til neste år fritt behandlingsvalg for psykisk helse og rus, og har som nevnt gjeninnført den gylne regel om at psykisk helsevern og rusbehandling hver for seg skal ha større vekst enn andre områder i sykehusbehandlingen. Fritt behandlingsvalg skal øke valgfriheten til den enkelte pasient og forventes å gi redusert ventetid. Den gylne regel skal sikre at psykisk helse- og rusbehandling ikke blir salderingsposter, og understøtter vårt mål om kortere ventetider. For å få ned ventetiden i spesialisthelsetjenesten må vi imidlertid også satse i kommunene, med bedre forebygging, lavterskeltilbud og tidlig intervensjon. Regjeringen starter dette ved å øke bevilgningene til kommunenes frie inntekter med 100 mill. kr i 2015, i tillegg til de til de øremerkede ordningene innen etablering av psykologtilbud og de øremerkede tilskuddene på 100 mill. kr, som det er blitt enighet om i budsjettavtalen, til behandlingstilbud til rusavhengige i kommune. Ved å styrke de kommunale tjenestene som lå i regjeringens opprinnelige budsjettforslag, og som er blitt ytterligere styrket i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre,

utfordringer knyttet til stigmaet rundt det å ha psykiske helseutfordringer. Gjennom informasjon om behandlingstilbud og rettigheter til veteraner vil vi legge til rette for at personellet søker hjelp tidlig, når og hvis de har behov for det. Vi kommer ikke utenom at noen får plager av ulik art etter endt oppdrag, og vi vil legge til rette for mestring av eget liv, både for personellet og for familien. Lærings- og mestringsarbeidet må derfor styrkes. Helse er å mestre de fysiske eller psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for. Gjennom vårt arbeid med psykisk helse skal vi nettopp legge til rette for mestring av eget liv. Riksrevisjonen påpeker at for de veteranene som har behov for oppfølging fra Forsvaret, vil det ha stor betydning at det etableres en varig ordning med reiserefusjon. Forsvaret tilbyr helsetjenester som mange veteraner har god nytte av. Dagens lovgivning dekker i utgangspunktet kun utgifter til reiser til spesialisthelsetjenester som dekkes av helseregionene, og tjenester som omfattes av folketrygdlovens kapittel 5. Det vil være behov for lovendring dersom reiseutgifter til Den ordinære helsemessige oppfølging av forsvarspersonell, både tjenestegjørende og tidligere tjenestegjørende, skal på lik linje med oppfølging av den øvrige befolkningen skje i de ordinære helse- og omsorgstjenestene. Helseregionene og kommunene skal tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle. Helse- og omsorgstjenestenes refusjonsordninger for pasientreiser er tilpasset disse tjenestene. På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet

er vurdert. Denne saken – ikke saken vi behandler i dag, men veteranenes situasjon – har vært til behandling i Stortinget ved flere anledninger. Det dokumentet som Riksrevisjonen nå har lagt fram for Stortinget, har vært en veldig grundig gjennomgang av situasjonen. Det gode ved denne debatten er at det ser ut til å være en felles forståelse av hva som er og jeg føler meg veldig betrygget av det som de to statsrådene nå har redegjort for i debatten. Det er helt nødvendig og helt riktig, selvsagt, at man i sånne sammenhenger som dette – når vi snakker om håndtering av våre over 100 000 veteraner, som har stilt seg til disposisjon for de oppdragene som Stortinget har bestemt – sørger for at de får den oppfølginga som de har krav på. de har krav på. Det har i lange tider ikke vært bra. Nå tror jeg at vi begynner å se enden på en utvikling hvor vi kan betrygge oss selv med å si at det er bra. Et lite element i dette, som kan være viktig for den enkelte, som jeg har lyst til å understreke, og som statsråd Høie var inne på, er det aspektet som knytter seg barriere for å søke hjelp. Og det er helt sikkert, som statsråden sa, at mye av dette knytter seg til de fordommene som fortsatt ofte er der når det gjelder det å vise fram at man har psykiske eller andre typer problemer som følge av dette. Det skal man liksom ikke gjøre. Dette er det vanskelig for Stortinget å gjøre noe aktivt å gjøre noe aktivt med, men vi må sørge for at skranken for å ta dette initiativet er så lav som mulig. Jeg ba om ordet for å si det første jeg sa, nemlig at det er fint at det er bred enighet om at Riksrevisjonens anbefalinger, komiteens merknader og det regjeringa nå sier til oss, er så sammenfallende at vi har kommet et stykke på vei. Dette er en konstruktiv utvikling. Men hvis det fortsatt er små ting, som dette med reiseutgifter, som vi kan rette på, så gjør vi det. Dette er små ting og små barrierer, som kan være nok til at folk holder seg hjemme. Mange av disse – jeg kjenner noen av dem – har dessverre kommet i en situasjon hvor de sitter hjemme og ikke kommer seg ut. De har ikke penger, de går til Nav, og slik kommer de inn i fordi de ikke blir forstått, fordi de føler at de ikke blir respektert, eller fordi skrankene har blitt for høye. Alt som det har blitt redegjort for her, er bra, men hvis det fortsatt er småting som kan rettes på, gjør vi det. Hvis det trengs en lovendring knyttet til dette med reiseutgifter, gjør vi noe med det. Min anmodning til statsråden er: Kom tilbake til Stortinget med et forslag, og så gjør vi noe med det, slik at vi rydder dette av veien.

8. Denne saken gjelder Riksrevisjonens undersøkelse om hvorvidt vi utnytter forskningsinfrastruktur i norske områder i Arktis godt nok. Bakgrunnen er at Norge ønsker å være en ledende polarforskningsnasjon, og at forskningsinnsatsen skal styrkes. En forutsetning for dette er at utnyttelsen av infrastrukturen er samordnet og fullgod. Norsk forskningsvirksomhet og norske forskningsbaser på Svalbard skal også være virkemidler for å understøtte nasjonale interesser på Svalbard generelt og for å nå forskjellige mål i Arktis. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om forskningsinfrastrukturen i Arktis blir utnyttet godt nok og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Følgende forskningsinfrastruktur er undersøkt: forskningslandsbyen Ny-Ålesund, Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon, luftmålingsstasjonen, marinlaboratoriet og geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund og nordlysobservatoriet og EISCAT-radaren i Longyearbyen. I tillegg inngår forskningsfartøy som gjennomfører tokt i Arktis. Undersøkelsen er gjennomført for perioden
Noregs forskingsverksemd på Svalbard er eit viktig verkemiddel for å understøtta dei overordna måla i svalbardpolitikken og for å oppfylla dei ulike måla for norsk nærvær i Arktis. Internasjonalt har Noreg lenge vore rekna som ein av dei leiande nasjonane innanfor polarforsking,
Norge var i 2009–2010 rangert som nr. 3 innen forskning på Arktis, ifølge rapport 3/12 Norsk polarforskning. Manglende utnyttelse av infrastrukturen kan få konsekvenser for oppfølging av hovedmålene for norsk svalbardpolitikk og særlig målet om opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen, samt at Norges posisjon som ledende forskningsnasjon i Arktis svekkes, og at en kunnskapsbasert forvaltning av polarområdene blir vanskeliggjort. En samlet komité har merket seg at Riksrevisjonen i denne forvaltningsrevisjonsrapporten sier at utviklingen «er ikke i tråd med føringen i Innst. S. », der det forventes at Svalbards «unike forskningsmuligheter skal utnyttes bedre». Komiteen har også merket seg at Kunnskapsdepartementet for sin del ikke mener å ha grunnlag for å konkludere med at forvaltningen av forskningsinfrastrukturen ikke er i tråd med Stortingets vedtak, men at forvaltningsrevisjonens sentrale tema er hvorvidt Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Når det gjelder undersøkelsens omtale av norsk forskningsaktivitet, bemerkes at de ytre kjennetegn på forskningsaktivitet, f.eks. publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrifter og videre siteringer, ikke er en helt nøyaktig målestokk for vellykket forskning. Det er likevel bekymringsfullt at Norge som betydelig bidragsyter i arktisk polarforskning ikke ser ut til å ha så stor vitenskapelig innflytelse som man burde kunne forvente. Komiteen har også merket seg at antallet registrerte norske forskerdøgn i forskningslandsbyen Ny-Ålesund har hatt en nedgang på 700, tilsvarende 14 pst., og at nedgangen i forskerdøgn ved marinlaboratoriet er redusert med 90 pst., og for begges vedkommende snakker vi om perioden Komiteen sier seg enig i Riksrevisjonens uttalelse om at utviklingen i norsk forskningsaktivitet og tilstedeværelse i Ny-Ålesund er uheldig. Det foreligger ikke en samlet oversikt over utnyttelse av forskningsinfrastruktur i Arktis eller informasjon om omfanget av finansieringen av norsk polarforskning. Når det gjelder forskningsfartøyer, viser komiteen til at fire av fem er nær eller over sin forventede levetid, som regnes å være 30 år. Dette kan innebære at de i mindre grad tilfredsstiller dagens krav til moderne forskningsfasiliteter, og dermed ikke er tidsmessige for mottak av nytt vitenskapelig utstyr, og at driftssikkerheten også svekkes ved mer krevende vedlikehold og økende problemer med tilgang på reservedeler og utstyr. En samlet uttaler at et nytt, isgående fartøy bør erstattes når de nåværende utrangeres, og at flåtens beskaffenhet under ett gir grunn til å frykte negative effekter for havforskningen om det ikke utarbeides en plan for utskifting av de eldre fartøyene. En samlet komité viser til at Nærings- og fiskeridepartementet vurderer utnyttelsesgraden for fartøyene som tilfredsstillende, og at datainnsamlingen ikke påvirkes nevneverdig av antall toktdøgn. Likevel vil komiteen understreke behovet for en fornyelsesplan, da investeringene som vil måtte gjøres, vil kreve ressurser, og det selvsagt også vil ta tid fra vedtak om å få erstattet de eldre fartøyene og til de nye faktisk er operative. Risikoen for at en manglende planlegging for fornyelse av flåten i Arktis vil kunne få negative konsekvenser for havforskningen, er overhengende, og dermed vil det også svekke våre muligheter til både å overvåke fiskeriressurser og å følge med i eventuelle klimaendringer. På bakgrunn av vil jeg anbefale komiteens forslag for å operasjonalisere noen av de anbefalingene som har kommet fra Riksrevisjonen. Forslagene til vedtak er sålydende: «Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for økt utnyttelse av forskningsinfrastrukturen på Svalbard, herunder tiltak for økt norsk forskningsaktivitet i regjeringen vurdere hvilke forutsetninger som må være til stede for at forskningsfartøyene i arktiske farvann i fremtiden samsvarer med de uttalte målsettingene for norsk havforskning, fiskeriforvaltning, klimaovervåking og

både i merknader og i forslag. Me er einige om å be regjeringa vurdera tiltak for auka utnytting av forskingsinfrastrukturen på Svalbard, inkludert tiltak for auka norsk forskingsaktivitet i einige om å be regjeringa vurdera kva føresetnader som må vera til stades for at forskingsfartøya i arktiske farvatn i framtida samsvarar med dei uttala måla for norsk havforsking, fiskeriforvaltning, klimaovervaking og arktisk forsking. Det er eit mål at Noreg skal vera ein leiande polarforskingsnasjon, at forskingsinnsatsen skal styrkjast, og at me skal samordna utnyttinga av infrastrukturen for forsking. Og målet med Riksrevisjonen si undersøking har vore å vurdera om forskingsinfrastrukturen i Arktis vert utnytta på ein god måte og er i tråd med Stortingets vedtak og føresetnader, og å kartleggja årsakene til ei eventuell mangelfull utnytting. Riksrevisjonen fann at forskingsinfrastrukturen på Svalbard kan utnyttast betre, at forskingsinfrastrukturen vert brukt i mindre grad no enn tidlegare, og at eldre forskingsfartøy ikkje tilfredsstiller dagens forskingsmessige behov. Noregs forskingsverksemd på Svalbard er eit viktig verkemiddel for å understøtta dei overordna måla i svalbardpolitikken og for å oppfylla dei ulike måla for norsk nærvær i Arktis. Internasjonalt har Noreg lenge vore rekna som ein av dei leiande nasjonane innanfor polarforsking, og det er eit fortrinn som me må byggja vidare på. I 2009–2010 var Noreg rangert som nr. 3 innanfor forsking på Arktis, ifølgje rapport 3/12, «Norsk polarforskning – forskning på Svalbard», frå Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Og i 2012 så var me faktisk nr. 6 på ein tilsvarande indeks. Stortinget har uttrykt ønske om at Noreg skal vera ein leiande polarforskingsnasjon, og at utnyttinga av infrastrukturen skal samordnast. Manglande utnytting av infrastrukturen kan få konsekvensar for oppfølginga av hovudmåla for norsk svalbardpolitikk og særleg målet om å halda oppe norske samfunn på øya, samt at Noregs posisjon som leiande forskingsnasjon i Arktis vert svekt, og at ei kunnskapsbasert forvalting av polarområda vert vanskeleggjort. Fire av fem forskingsfartøy er nær eller over – si funksjonelle levetid, som faktisk er rekna til å vera 30 år. Det kan bety at dei i mindre grad tilfredsstiller dagens krav til forskingsfasilitetar, at dei ikkje er tidsmessige for mottak av nytt vitskapeleg utstyr, og at driftsikkerheita vert svekt ved meir krevjande vedlikehald og auka problem med tilgang på reservedelar og utstyr. I dag ligg det ikkje føre planar for utskifting av dei eldre og det vil ta lang tid å få erstatta dei gamle med nye. Derfor har komiteen bede regjeringa om å vurdera kva føresetnader som må vera til stades for at forskingsfartøya i arktiske farvatn i framtida samsvarar med dei uttalte måla for norsk havforsking, fiskeriforvalting, klimaovervaking og arktisk

forsking. Som komiteen peker på, er det bred politisk enighet om svalbardpolitikken, og forskning og høyere utdanning er en av hovedpilarene for norsk aktivitet og nærvær der. Det er et mål at Norge skal ha en faglig ledende rolle på Svalbard, samtidig som vi utvikler Svalbard som plattform for internasjonalt forskningssamarbeid i Arktis. Derfor er det et mål å få til økt koordinering og bedre utnyttelse av forskningsinfrastrukturen. forskningsinfrastrukturen. Da må vi passe på at norsk forskning på Svalbard holder volum og kvalitet, at vi har en god og gjennomtenkt vertskapspolitikk for det internasjonale forskningsmiljøet, og at vi utvikler og utnytter forskningsinfrastrukturen på en god måte. Det er det denne debatten handler om. Først litt om det overordnede helhetsbildet: Det store bildet er at både norsk og utenlandsk svalbardforskning har økt siden svalbardmeldingen kom i 2008. den norske aktiviteten som har økt mest, og som er størst. Oppbyggingen av Universitetssenteret på Svalbard har også vært viktig for dette. UNIS har blitt et viktig element i svalbardsamfunnet. Det er dyrt å bygge og drive infrastruktur i Arktis. Derfor er god utnyttelse viktig, og det skjer best gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, der de dyktigste forskerne deler utstyr og data med Mesteparten av den norske infrastrukturen på Svalbard er godt utnyttet, men det finnes rom for forbedringer, spesielt ved et par av anleggene i Ny-Ålesund. Jeg skal komme tilbake til dette senere. Forskningsinfrastruktur er også et satsingsområde i forskningspolitikken. Forskningsrådet spiller en sentral rolle ved å gi midler til viktige utstyrsinvesteringer og til forskning som bruker utstyret. Når det gjelder Svalbard, har Forskningsrådet i flere år stilt krav til deling av data fra svalbardprosjekter som de støtter. Bruk av norsk infrastruktur er dessuten ett av flere kriterier når rådet velger ut hvilke søknader som skal innvilges. Kunnskapsdepartementet inviterte i 2007 til et ambisiøst prosjekt kalt SIOS –Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System. Det er et internasjonalt, norskledet samarbeid om forskningsinfrastrukturen på Svalbard, hvor målet er at forskere fra norske og utenlandske institusjoner skal gjøre egne forskningsanlegg og data tilgjengelig for hverandre. Norske myndigheter har foreløpig ikke tatt stilling til om – eller hvordan – vi vil etablere dette. Det har et potensial for vitenskapelige nyvinninger, økt utnyttelse av infrastruktur og bedre koordinering og åpenhet mellom institusjoner og forskere fra forskjellige land. Så til Ny-Ålesund, som Riksrevisjonen har satt et spesielt søkelys på.

og faglig ledelse i forskningslandsbyen, og fordi kostbare anlegg bør brukes optimalt så sant det er relevant og mulig. Samtidig har det kommet hyggelige nyheter fra Kings Bay AS – som for øvrig er næringsministerens ansvar: 2014 blir et rekordår for forskningsaktiviteten, den norske aktiviteten øker, og det internasjonale samarbeidet øker under norsk ledelse. Kings Bay AS kan også fortelle at Universitetssenteret på Svalbard har begynt å bruke marinlaboratoriets studietilbud, og at norske og utenlandske forskere vinterstid bruker laboratoriet til å studere livet i havet i mørketiden. Polarinstituttet ønsker å kunne bruke marinlaboratoriet til forskning på havforsuring. Dette er lovende for fremtiden, men det er også stor variasjon i bruken – det kan være uforutsigbart. Når det er sagt, er jeg enig i at det er viktig å følge med på utviklingen i Ny-Ålesund. En god og

målsetting. Den norske aktiviteten og det norske lederskapet er viktig. Ansvaret for Kings Bay AS ligger, som allerede nevnt, hos næringsministeren. Jeg vet at hun er opptatt av å legge til rette for det på en hensiktsmessig måte. Jeg vil til slutt kommentere spørsmålet om forskningsfartøy. Dette er i stor grad en portefølje som ligger til andre statsråder, og jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke har detaljkunnskap om saken. De fartøyene som er omfattet av undersøkelsen, brukes til fiskeriforvaltning i ulike farvann, til miljøkartlegging, til forskning og til undervisning. eies av flere institusjoner, herunder Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet. Fartøysparken er – som det også er blitt påpekt her – aldrende. Samtidig er det greit å være klar over at nye, interessante metoder tas i bruk for å hente inn data med bøyer, droner, akustikk, satellitter, glidere osv. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de nå ber Havforskningsinstituttet gå gjennom fremtidige metoder og alternativer for innsamling av data og vurdere behovet for utstyr, inkludert Da skal de også se dette i sammenheng med næringslivets fartøyskapasitet, og en rapport skal foreligge innen 1. juli 2015. Komiteen ber regjeringen vurdere hvilke behov som bør ligge til grunn for fremtidige fartøysbehov. I forbindelse med den rapporten jeg nevnte, vil det bli gjort vurderinger av behov, metoder og utstyr for datainnsamling i havet. Det vil bli et viktig grunnlag for å vurdere fartøysbehovene For øvrig vil jeg til slutt nevne at vi i 2017 får det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon», som vil bety et stort løft for norsk havforskning, fiskeriforvaltning og klimaovervåking. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Sakene nr. 10–13 er andre gangs behandling av lovsaker, og presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.